I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Det går godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien var i fjor høgare enn den langsiktige trenden, for første gong sidan 2014. Etter 2016 har sysselsetjinga auka og arbeidsløysa gått ned. er lågare enn gjennomsnittet for dei siste 20 åra. Åtte av ti nye arbeidsplassar har det siste året kome i privat sektor. I august var den registrerte arbeidsløysa 2,2 pst. Det er venta auka kapasitetsutnytting og auka sysselsetjing også framover. I 2019 har Noregs Bank heva renta tre gonger, og renta er no I september var den norske krona om lag 15 pst. svakare enn før oljeprisen begynte å falle i 2014. Saman med moderate lønnsoppgjer, reduserte skattar og auka investeringar har det gitt norske bedrifter betre konkurranseevne. I Revidert nasjonalbudsjett la regjeringa opp til å bruke 238 mrd. kr av olje- og fondsinntektene. Det svarer til av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2019. I 2018 utgjorde verdiskapinga i petroleumssektoren 17 pst. av Noregs BNP. Statens netto kontantstraum frå petroleumsverksemda var Statens pensjonsfond hadde ein samla marknadsverdi ved utgangen av første halvår på 9 414 mrd. kr, ein auke på 924 mrd. kr frå nyttår. Det utanrikspolitiske landskapet er prega av uro og uføreseielege forhold. Tryggingsrådet i FN er stadig det viktigaste organet i verda når det gjeld internasjonal fred og sikkerheit. Noreg har intensivert arbeidet for å bli valt inn i Tryggingsrådet for 2021–2022. Noreg har vidareført innsatsen for fred og forsoning, bl.a. i Venezuela. Noreg leier FNs økonomiske og sosiale råd i 2019–2020. I europapolitikken legg regjeringa vekt på at EØS-avtalen skal halde fram med å vere ei velfungerande ramme for Noregs deltaking i den felles europeiske marknaden. Regjeringa har inngått og vil arbeide vidare for å sikre avtalar med Storbritannia når dei går ut av EU – anten det skjer med eller utan ein utmeldingsavtale. Statsministeren leier FNs pådrivargruppe for berekraftsmåla. Regjeringa jobbar for at vi skal nå berekraftsmåla nasjonalt og internasjonalt. Regjeringa reformerer bistandsforvaltninga for at ho skal bli effektiv og gi størst mogleg effekt. Regjeringa intensiverer innsatsen i utviklingspolitikken for spesielt sårbare og utsette grupper. Regjeringa har vidare annonsert dobling av norsk støtte til Det grøne klimafondet frå Regjeringa har lagt fram ein handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerheit. Det humanitære budsjettet har auka med over 60 pst. frå 2013 til 2019. Regjeringa har vidareført arbeidet med å styrkje Forsvaret i tråd med langtidsplanen. I NATO har Noreg bidrege til reformer som gjer alliansen betre rusta til å sikre eit kollektivt forsvar av var vertskap for NATO-øvinga Trident Juncture 2018. Øvinga var eit konkret uttrykk for NATOs vilje og evne til å forsvare allierte. Noreg deltek i militære operasjonar internasjonalt bl.a. i Mali, Afghanistan og Irak. Lønnsoppgjeret i år var eit mellomoppgjer. Lønnsveksten vart noko høgare enn i dei føregåande åra. Framleis står for mange utanfor arbeidsmarknaden. Regjeringa har derfor teke initiativ til ein inkluderingsdugnad for å få fleire i jobb. Regjeringa og partane i arbeidslivet er einige om ein ny intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv. Etter forslag frå regjeringa vart ein ny tenestepensjon for offentleg tilsette vedteken i vår. Kommunesektoren går godt, og fleire kommunar har fått eit betre økonomisk handlingsrom. Dette går fram bl.a. av at det er færre kommunar i ROBEK enn nokon gong tidlegare. Næringslivet i distrikta går godt, og verdiar blir skapte der folk bur. Veksten skaper levande lokalsamfunn. Regjeringa vil halde fram med å forenkle regelverket og gi kommunar auka handlingsrom og større ansvar for berekraftig Norsk næringsliv er avhengig av å kunne selje varene og tenestene sine i andre land, og regjeringa vil føre vidare arbeidet med å sikre marknadstilgang i eksisterande og nye marknader. Noreg er den nest største eksportøren av sjømat i verda. I 2018 vart det eksportert sjømat frå Noreg for 99 mrd. kr. I juni vart regjeringa sin oppdaterte havstrategi lagd fram. Noreg har også teke ei leiarrolle i globale havspørsmål, bl.a. gjennom Høgnivåpanelet for ein berekraftig havøkonomi. Regjeringa vidarefører ein stabil, langsiktig petroleumspolitikk. I 2018-runden av førehandsdefinerte område vart det tildelt 83 utvinningsløyve til 33 oljeselskap. Regjeringa har sendt på høyring forslag om opning av område for havvind. Fagfornyinga for grunnskulen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande skule er i rute. Lærarnorma vart innført hausten 2018 og blir trappa opp hausten 2019. Regjeringa held fram satsinga på kompetanseutvikling for lærarar i barnehage og skule. Regjeringa har starta kompetansereforma Lære heile livet. Målet er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet, og at fleire skal kunne stå i jobb lenger. I oktober 2018 la regjeringa fram langtidsplanen for forsking og høgare utdanning 2019–2028, med konkrete opptrappingsplanar for teknologi, kvalitet i høgare utdanning og for omstilling og fornying i næringslivet. Regjeringa lanserte hausten 2018 sin integreringsstrategi for at fleire innvandrarar skal delta i arbeids- og samfunnsliv. I august vart det sendt på høyring eit forslag om å oppheve introduksjonslova og innføre ei ny lov om integrering. Lovforslaget skal bidra til at fleire Regjeringa la i november 2018 fram den første heilskaplege kulturmeldinga på 15 år. Som følgje av stortingsmeldinga om mediepolitikk skal det opprettast eit mediestøtteråd, og finansieringa av NRK blir lagd om. Regjeringa har fått tilslutning til å etablere eit lågterskeltilbod for behandling av saker om Nærpolitireforma er den største endringa av politiet i nyare tid og legg til rette for nye metodar og ny teknologi. Vi har alt fått politipatruljar som utfører meir politiarbeid på staden, og robuste operasjonssentralar som er viktige for beredskapen. Det er i år levert to nye politihelikopter. Eit tredje helikopter blir levert i løpet av hausten. Dei nye helikoptera gjev politiet styrkt innsatsevne. Dei nye helikoptera skal etter planen vere operative innan utgangen av 2020. Det siste året har det kome om lag 200 nye politiårsverk i politiet. Regjeringa har starta kvalitetsreforma Leve heile livet. Gode lokale løysingar skal spreiast og takast i bruk i kommunane. Regjeringa har auka tilskotsramma for heildøgns omsorgsplassar til 2 400 plassar i 2019. Sidan 2013 har regjeringa lagt til rette for 15 500 heildøgns omsorgsplassar, med ei samla tilsegnsramme på om lag 25,5 mrd. kr. Regjeringa har starta arbeidet med Likeverdsreforma. Målet er å gjere kvardagen enklare og betre for barn med behov for samansette tenester, og for familiane deira. I juni la regjeringa fram Opptrappingsplanen for den psykiske helsa til barn og unge. Regjeringa har gjennom fleire år satsa på helsestasjons- og skulehelsetenesta, inkludert jordmorkapasiteten i kommunane, og talet på årsverk i tenesta har auka betrakteleg. Om lag 2 millionar pasientar fekk helsehjelp ved somatiske sjukehus i 2018, ein oppgang på 1,0 pst. frå året før. Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta var 59 dagar i 2018, ein oppgang på to dagar frå året før. Sidan 2013 har ventetidene i spesialisthelsetenesta gått ned med 15 dagar. Regjeringa har sett i gang eit familieprosjekt for å gjere kvardagen til barnefamiliar betre og sikre gode Trygge og gode familiar bidreg til å styrkje barns moglegheiter i livet. I 2019 vart barnetrygda auka for første gong på over 20 år. I tillegg vart eingongsstønaden auka betydeleg. Aukane betyr mest for familiar med låg inntekt. Arbeidet mot barnefattigdom blir prioritert. Tilskotsordninga for at barn frå kan delta i ferie- og fritidsaktivitetar, er auka med over 200 mill. kr sidan 2014. Innsatsen mot vald og overgrep mot barn er styrkt. Satsinga på tiltaka i opptrappingsplanen mot vald og overgrep er no på om lag 1 mrd. kr i året. Regjeringa har lagt fram forslag til ei felles lov for alle trus- og livssynssamfunn. I tillegg har regjeringa lagt fram ei melding om Opplysningsvesenets fond. I mai inngjekk regjeringa ein jordbruksavtale med jordbruksorganisasjonane. Avtalen byggjer opp under eit aktivt landbruk med variert bruksstruktur over heile landet og gir gode rammer for ei positiv inntektsutvikling. Regjeringa har også underteikna ein klimaavtale med jordbruket, der det er sett eit mål om at utsleppa skal reduserast med 5 mill. tonn Lov om forbod mot hald av pelsdyr tredde i kraft 1. juli 2019. I 2019 opna den første vegstrekninga som Nye Vegar AS har bygd ut, firefelts motorveg mellom Tvedestrand og Arendal. Vedlikehaldsetterslepet på riksveg blir redusert for femte år på rad. Arbeidet med jernbanereforma held fram slik at dei reisande kan få eit betre togtilbod, samtidig som vi får meir jernbane for skattepengane. Stortinget gav i juni 2019 samtykke til å inngå avtale med EU om felles oppfylling av utsleppsmålet for 2030. Avtalen vil gi ei føreseieleg og meir offensiv ramme for Regjeringa har sett i gang Klimakur 2030 for å få eit oppdatert kunnskapsgrunnlag om korleis Noreg kan redusere ikkje-kvotepliktige utslepp. Regjeringa la våren 2019 fram ein eigen handlingsplan for grøn skipsfart. Regjeringa har etablert Nullutsleppsfondet for næringstransport. Det er sett av 1 mrd. kr til fondet for 2019 og

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, medrepresentanter! Vi åpner i dag det 164. storting. På nytt tar folkets valgte representanter sete i denne sal for å ta fatt på de store oppgavene vi er betrodd å løse. Det gjør vi i en tid hvor troen på og tilliten til de demokratiske institusjonene fortsetter å knake i mange steder. Det er lite som tyder på at den utviklingen som har uroet oss i flere år, er i ferd med å snu. Særlig urovekkende er det at troen på de demokratiske tradisjonene, de demokratiske spillereglene og deres bærende institusjoner kan se ut til å være under angrep både ovenfra og nedenfra i enkelte av de eldste og fremste demokratier blant oss. Heldigvis tyder valget i september på at vårt eget demokrati fortsatt er ved god helse. Valgdeltakelsen ved årets kommune- og fylkestingsvalg var en økning fra 2015. Det er det grunn til å glede seg over, ikke minst i et år der vi feirer 100-årsjubileet for at fattigunderstøttede ikke lenger ble utestengt som behøvde hjelp for å sette mat på bordet til barna sine, var ikke lenger regnet som uansvarlige borgere som måtte holdes unna valglokalene. Å bli stilt utenfor arbeidslivet som følge av en ulykke eller sykdom førte ikke lenger til at man også ble stengt ute fra demokratisk deltakelse. Det gir stoff til ettertanke at det bare er tre generasjoner siden vår egen demokratiske utvikling hadde nådd det punktet der stemmeretten ble en rettighet for alle. Det er vårt ansvar som folkevalgte hver dag å forvalte de oppdragene vi har, på en slik måte at befolkningen fortsatt synes det er riktig, naturlig og nødvendig å benytte seg av den retten våre forfedre kjempet frem. For én uke siden ble jeg stilt mange spørsmål om hvordan vi arbeider på Stortinget, da jeg besøkte Vadsø barneskole. En klok elev spurte meg: Er det vanskelig å respektere hverandre på Stortinget? Jeg svarte som sant er: Nei, det er ikke vanskelig. Spørsmålet er likevel godt. Det går rett til kjernen av noen av de utfordringene vi kan komme til å stå overfor, og som allerede har kommet til overflaten i flere land. Vi risikerer selv å bli til en fare for demokratiet hvis vi ikke klarer å vise både hverandre og de vi representerer, at vårt politiske arbeid er preget av respekt – respekt for den tilliten som er vist oss fra velgerne, og respekt for at også våre politiske motstandere representerer meninger som har vunnet en rettmessig plass i denne sal gjennom valg. Vi vet at vi følges tett av velgere som også ved neste valg må kunne avgi sin stemme i overbevisning, ikke bare i håp, om at de neste som blir valgt, kommer til å bruke sin tid og sine krefter på de viktige tingene, på å finne løsninger på de spørsmålene som brenner i folks hverdag – som gode helsetjenester når man trenger det, for klima og miljø, og et trygt samfunn med fremtidshåp og muligheter for alle. Jeg er ikke i tvil om at det er det vi alle ønsker for det stortingsåret vi går inn i. Også barn og unge som ikke selv har stemmerett, følger oss nøye. De har brukt den kraften som ligger i retten til å heve stemmen, ved å brøle for det de brenner for. De og andre som dem skal også tas på alvor og behandles med respekt, enten vi deler deres syn eller ikke. Det er jeg trygg på at vi også vil gjøre. Når vi igjen møtes til ansvarsfull gjerning, er det i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss, og det ansvar vi har påtatt oss. Vi samler oss i det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet!

I